så legger det oppå dagens oljepengebruk, en forsvarlig måte å styre landet på, går ikke det i hop. Det vet Jan Tore Sanner. Så det han egentlig forsøker å si på en pen måte, til Tybring-Gjedde, Siv Jensen, Solvik-Olsen, er: Beklager, dere kan glemme de valgløftene. Men det vi står igjen med, er utydelig tåkeprat fra spesielt Høyre; de vil ikke si klart fra hva som vil være konsekvensene reelt sett. Og det er alvorlig. Representanten Hans Olav Syversen får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.
Jeg syntes jo det var interessant at Torgeir Micaelsen nå plutselig la meningsmålingene til grunn for hvordan det skal se ut etter valget. Da ser det jo mørkt ut for dem som sitter nå, for å si det forsiktig. Men det er vel kanskje noen andre meningsmålinger man legger til grunn når man debatterer. Så til forslag nr. 47. I det gode ikke-sosialistiske samarbeids navn kan vi stemme for forslaget, men da med den forutsetning at regjeringen foretar en høringsrunde før de legger saken fram for Stortinget. Med den forutsetningen har ikke vi noe problem med å stemme for det. Jeg ville vel i grunnen tro at hele salen da er enig. Men det kan sikkert utenriksministeren bekrefte. Representanten Jan Tore Sanner får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.
Før i tiden var det slik at det var opposisjonen som stilte spørsmål, og regjeringspartiene som skulle svare. Jeg registrerer at særlig Arbeiderpartiet nå begynner å forberede seg på nye roller. Spørsmålene som er stilt, er besvart, og svaret er at en regjering med Høyre holder orden i norsk økonomi punktum finale. Sånn er det. Det gjorde vi sist vi satt i regjeringen – da inngikk vi budsjettforlik med Fremskrittspartiet – og slik vil det vel være også med en ny eventuell borgerlig regjering: Høyre holder orden i norsk økonomi. Så til Karin Andersen, som fortsatt er bekymret for personer som Hvis representanten er bekymret, kan SV stemme for de forslagene som de borgerlige partiene fremmer i denne innstillingen, som løfter fattige barn, og som løfter svake pasientgrupper.
Det gjelder forslag nr. 47, fra Venstre, om «ratifikasjon av tilleggsprotokollen om individklagerett til FNs barnekonvensjon», som er omdelt i salen. Med de samme forutsetningene som Kristelig Folkeparti har lagt til grunn, vil jeg anbefale at også de rød-grønne partiene – altså Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet – stemmer for dette forslaget. Da oppfatter presidenten at det

Det er en enstemmig innstilling, og det er – bare kort – endring av WTO-avtalen om offentlige innkjøp og det å sikre en effektiv multilateral ramme for offentlige anskaffelser. De offentlige anskaffelsene er allerede en del av EØS-avtalen. Derfor er det også viktig at vi nevner den her. Målet har vært å forbedre og forenkle selve avtaleteksten, og vi har gjort den mer brukervennlig. Det er nå en ramme om større åpenhet, forutsigbarhet og prosedyreregler. Avtalen er nå også utvidet når det gjelder dekningsområdene. Det er også viktig å anmerke at det nå har kommet sterkere formuleringer om korrupsjon innen WTO, og det er selvfølgelig gledelig. Siden denne tilleggsprotokollen – som er en endring av GPA-avtalen – antas å være særlig viktig, er det at man må ha Stortingets samtykke til godkjenning, nødvendig i henhold til Grunnloven § 26 annet ledd. Det er med glede jeg den siste dagen av min periode og mitt opphold her i Stortinget, gjennom 20 år, kan legge fram en enstemmig innstilling for Stortinget. Det er det en stor glede for meg å gjøre. Jeg takker alle sammen for denne 20-årsperioden. Neste taler er representanten Ine M. Eriksen Søreide, Søreide, som har en taletid på inntil 30 minutter. Det akter jeg selvsagt å utnytte til det fulle. Dette er egentlig ikke for å ta ordet til selve innstillingen – der er komiteen enstemmig. Men jeg synes det er en fin anledning til å si til representanten på vegne av komiteen – som jeg for øvrig vil takke for en god og enstemmig innstilling – at jeg vil takke ham for et sterkt engasjement i denne saken og i alle andre saker vi har jobbet nært sammen om i fire år. Det var spesielt hyggelig at det var representanten Nordtun som fikk gleden og æren av å legge fram den siste saken på den siste dagen i det siste året av denne sesjonen. Takk fra komiteen.

har vi her på

det. Jeg er glad for at jeg

Da er det noe som er

sidan
Da er Stortinget klar til å gå til votering over sakene på dagens kart. Det er allerede votert over sakene nr. 1–19. Under debatten er det satt fram i alt 47 forslag. Det er forslagene nr. 1 og 2, fra Ketil Solvik-Olsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre forslagene nr. 3–9, fra Ketil Solvik-Olsen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre forslag nr. 10, fra Ketil Solvik-Olsen på vegne av Fremskrittspartiet og

av det 157. storting – det fjerde og siste i denne valgperioden – og tallene forteller at det har vært fire arbeidsomme år. I løpet av perioden har Stortinget avholdt 417 møter. Regjeringen har fremmet 819 saker for Stortinget, mens stortingsrepresentantene har fremmet 643 representantforslag.

I tillegg har regjeringen besvart 400 interpellasjoner. I store nasjonale spørsmål er det viktig at det bygges brede politiske plattformer, noe vi også har gjort i denne stortingsperioden. Vedtaket om å endre forholdet mellom stat og kirke er ett eksempel på at vi med bred enighet sikrer forutsigbarhet over tid. Saken om statskirken skapte et bredt engasjement og debatt både i og utenfor Stortinget. Et slikt engasjement er viktig. Det er en forutsetning for et levende demokrati at våre debatter også finner veien ut av stortingssalen. For folkestyret er det helt nødvendig. En av oppgavene vi har som representanter, er å verne om Grunnloven. I snart 200 år har den norske grunnloven holdt seg aktuell. Mye av årsaken til det er at den er fleksibel. Den er vanskelig å forandre, men den er mulig å forandre. Grunnloven danner fundamentet og rammene for vårt folkestyre. For å skape økt oppmerksomhet om grunnlovsforslag har vi i denne perioden gjort noe nytt. Vi har arrangert grunnlovsseminar med eksterne aktører i lagtingssalen, og vi har hatt debatter om forslag vi skal ha til behandling i neste periode, i stortingssalen. Grunnlovsjubileet til neste år er en mulighet til å styrke bevisstheten om Grunnloven og folkestyrets betydning i det norske samfunnet i dag. Det neste stortings representanter vil få en rolle i det.

Og jeg vil rette en stor takk til alle stortingsrepresentanter for det gode arbeidet som er gjort gjennom hele perioden, for spørsmål og for bidrag til debatter. Det er i den åpne debatten mellom posisjon og opposisjon at det norske samfunnet blir formet. Spesielt vil jeg takke de representantene som nå trer ut av Stortinget. Takk for innsatsen! Jeg vil også takke media for samarbeidet om å bringe våre debatter ut til velgerne. Høstens stortingsvalg ligger foran oss. Sammen bør vi bruke tiden framover til å inspirere velgerne til å slutte opp om de demokratiske prosessene og den videre utviklingen av folkestyret. Etter at møtet i dag er hevet, oppfordres representantene til å skrive under i Stortingets protokoll, som er utlagt på bordet nede i salen. La meg så til slutt, på vegne av meg selv og presidentskapet, få takke hver og en av representantene for godt samarbeid gjennom hele perioden. Det har vært en glede! Jeg erklærer herved forhandlingene i det 157. storting for